om ordet. Når det gjelder dette forslaget, som handler om å gjenoppta forhandlinger om jordbruksoppgjøret for 2021, ber vi om at man tar i bruk § 39 andre ledd